altså følt det viktig å vise til et svar fra statsråden om at regjeringen ikke har lagt begrensninger på bruk av private aktører, men at det skal være opp til helseforetakene. Det har altså de rød-grønne funnet verdt å nevne eksplisitt i en egen merknad, nærmest som et motsvar til forslaget fra Fremskrittspartiet og de øvrige opposisjonspartiene om at man for at det inngås avtaler. Realiteten er den at mens vi venter på at det skal bygges opp en fullverdig kapasitet i det offentlige helsevesenet, finnes det fullverdig kapasitet i det private. Det pågår operasjoner i dag i det private. Det dette i realiteten handler om, er vilje til å begynne å ta ned den køen med mange tusen kvinner som er ferdig utredet og rede til å gjennomgå operasjon. Det er det det handler om. om. Jeg tror vi hadde stått oss på som storting å vise evne til handlekraft i stedet for bare prat. Det er i hvert fall det veldig mange jeg har snakket med i denne saken, sier, at tiden for debatt er over. Nå venter man på handling, nå venter man på vedtak, nå venter man på tiltak. Det kan vi snakke om så lenge vi bare orker, men det skjer ingenting. Køene går ikke ned før vi faktisk fatter vedtak om at det skal skje. Det hadde kostet så utrolig lite å være med på å støtte disse forslagene, som hadde sendt noen klare signaler, gitt et nytt håp og samtidig bidratt til å få ned en kø som er aldeles uverdig. For meg handler dette også om at når menn gjennomgår en lignende operasjon, eller noe som føles like like krevende, får man et fullverdig behandlingsløp, mens halvparten av befolkningen, altså kvinner, ikke får det. Det må det bli en slutt på. Jeg har bare noen kommentarer. Representanten Kari Kjønaas Kjos er

hvis vi sier ja til en ventetid i dag, om vi kaster blår i øynene på dem som nå står utenfor? Vet vi om vi klarer det? Det kan godt hende vi klarer det på kortere tid, men det kan vi også få svar på når arbeidsgruppen har lagt fram sin anbefaling. Er det ikke mer riktig å vite om det går? Jeg synes representanten Tingelstad Wøien hadde et veldig godt innlegg. Det handler om en garanti for at alle skal sikres lik behandling.

fordi de brukes av kvinner til andre ting, til skjønnhetsoperasjoner, til unødvendige ting. De burde brukes til det som er nødvendig, nemlig nye bryst til de jentene som trenger det. Jeg synes det er en litt merkelig diskusjon. Vi har hørt opposisjonen si at de private har kapasitet, for det, sier de, kan vi lytte til, men de faglige rådene som arbeidsgruppen skal legge fram, bør vi ikke hefte oss så mye ved. De private klinikkene kan jo ikke være sannhetsvitner på at de skal rekke alt de ønsker innen ett år. Vi De private klinikkene kan jo ikke være sannhetsvitner på at de skal rekke alt de ønsker innen ett år. Vi hører på Legeforeningen, og de er bekymret for utviklingen når det gjelder kompetanse, utdanning og kapasitet. Det mener vi er viktig å se på videre. Representanten Høie sier at det handler om å sette politiske mål, men vi vil mer enn å sette politiske mål. Vi ønsker at disse jentene skal få Det må jo være gjennomførbart. Og igjen: Er det ikke gjennomførbart med ett år, og vi sier at det skal være det fra denne salen, er ikke det å lure noen? Det er i hvert fall det jeg mener. Vi vil vite om det lar seg gjennomføre. Derfor ønsker vi å vente på arbeidsgruppen. Jeg husker ikke bestandig veldig godt, men jeg husker i hvert fall at både representanten Bent Høie og representanten Siv Jensen i denne sal mange ganger har prøvd å grille politisk både helseminister og statsminister når regjeringen har stilt krav til forløpstider for kreft. Det ble automatisk gjort om i ordbruken – til en garanti fra opposisjonen. Man har gjentatte ganger, både i spørretime og i andre prøvd å ta regjeringen for at den ikke har klart å følge opp det som var et krav til systemene når det gjelder forløpstid. Nå sier representanten Høie at politikerne skal sette seg mål. Her er det altså en eksplisitt garanti på et år, og så får man jobbe mot det. Jeg må nesten spørre representanten Høie: Hvis man ikke når det målet, er den garantien da mindre verd fordi Stortinget har vedtatt den, enn den er når regjeringen har vedtatt den? Kan det være sånn at også denne pasientgruppen vil føle seg politisk forrådt hvis man ikke klarer å innfri det som er en garanti? Denne typen spørsmål mener jeg er såpass avgjørende at de tre ukene jeg venter for å få bedre oversikt fra det faglige rådet, er viktig nok i seg selv til å vente. Det andre lille poenget til debatten nå går på dette: Når representanten Jensen sier at Når representanten Jensen sier at jeg ikke snakket på vegne av dem der ute i demonstrasjonen, vil jeg igjen minne om at både Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte er en del av arbeidsgruppen og gjennom arbeidet der gir signaler på vegne av sine landsdekkende organisasjoner om hva som skal være rådet. Jeg vet at mange der ute – på demonstrasjonen utenfor Stortinget nå – er medlemmer i de foreningene. Så at Stortinget ikke skal vente på det arbeidet, der de to foreningene er deltagere, for å lytte på hvilke råd de gir, er for meg også en litt underlig del av denne debatten. Til slutt: Jeg har tro på at vi skal få det til, for det er et voldsomt engasjement for å bygge ned køen. Alle partiene er enige om at situasjonen er uholdbar. Da synes jeg det er litt leit at det blir politiske spissfindigheter som står igjen etter dagen, når man i realiteten kommer til å ende opp – også fra opposisjonens side – med å ta en kikk på de rådene som kommer om tre uker, og vurdere ny politikk ut fra det.

2011 kom, 19. oktober 2011 kom Fremskrittspartiet med sitt forslag, 2. desember 2011 – noen uker senere – kom Helse- og omsorgsdepartementets brev til Helsedirektoratet om denne gruppen som nå skal jobbe fram til 23. mars. Så problemstillingen er ikke akkurat ny, og det har tatt ganske lang tid før man kom i gang med arbeidsgruppen. Poenget mitt er vi er utålmodige, alle sammen. Så til en annen sak: Det gjelder en del av de kvinnene som har stått utenfor her og markert at de ikke orker å vente lenger. Vi snakker kanskje ikke om dem som får brystkreft i dag, og som er under behandling. Men jeg vil tro at mange av de kvinnene har stått i kø – noen av dem kanskje

handlingsplan, et eget opplegg for disse, uavhengig av hva man måtte komme frem til om fremtidens retningslinjer? Det er også et anliggende som vi kanskje skulle ha diskutert litt nærmere her i dag. Det er mulig å løse, og jeg håper at helseministeren kanskje kan si noe om dette – om det finnes en plan for det, og hvordan vi eventuelt kan bidra til at disse slipper å vente

Men hvis vi ser vekk fra det, bare glemmer det, hvorfor ikke gjøre det representanten Dåvøy foreslo, og lage en helsebro på nytt? Er det noe problem – har vi ikke råd? Jo, vi har råd. Nei, få vekk køen, gjør jobben. Det enkelte mennesket her i ventekøen kan Tid er viktig – tid for den enkelte – og det mest verdifulle vi kan gi dem, er å la dem komme for å få sin operasjon nå, og ikke om ett, to, tre eller fire år.

Så vi trenger ikke vente til 23. mars for å få vite hva de mener. Så synes jeg det er litt rart hvis det faktisk er sånn at regjeringspartiene den 24. mars vet hva de skal mene, for hvis det er så kort tid til de faktisk vet det, burde de strengt tatt ha bedt komiteen om å utsette behandlingen av denne saken, så kunne vi fått en endelig behandling og et endelig behandling og et endelig svar 24. mars. Men så stiller Laila Dåvøy et spørsmål til helseministeren om regjeringen faktisk har tenkt å følge utvalgets råd, dersom dette utvalget kommer med et råd om å sette en tidsfrist. Det ville ikke helseministeren svare på. Da tenker jeg at det regjeringen faktisk venter på, ikke er noe svar, men det er men det er en mulighet til å skyve og skyve og skyve på hele problemstillingen. Det er grunnen til at det ikke er mulig bare å oversende det uten realitetsbehandling, for det har i denne debatten ikke kommet fram noe som tilsier at noen av de forslagene vil bli realisert i

sa at dette skulle være en del av behandlingsforløpet, for det er jeg veldig enig i. Det skal det være. Det skal inn som en del av behandlingsforløpet. Men så er det jo også slik at når vi skal gjøre det, vet vi at det er problemer med kapasitet. Vi vet at det er ulike metoder. Vi vet at det også bør vurderes hvordan den enkelte pasient skal behandles. Det ble nedsatt en faggruppe med representanter fra faggruppe med representanter fra alle de regionale helseforetakene, som faktisk har ansvaret for å gjennomføre dette. De har fått beskjed om å sette inn tiltak for å få ned ventetiden. Det er altså spesialister i brystkirurgi og endokrin kirurgi, plastisk kirurgi, onkologi. Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte skal altså komme med en anbefaling om hvilke kvinner som skal skal få et slikt tilbud – ikke nødvendigvis ut fra alder, men medisinsk indikasjon – og om hvilken type tilbud den enkelte skal ha. Hvilke rettigheter skal pasientgruppen ha? Hvordan skal man redusere behovet for sekundær operasjon? Hvilken kompetanse kreves? Kan vi benytte den kompetansen vi har, og gi videreutdanning? Hvordan skal dette organiseres?

Men det er fordi at jeg tross alt sitter med et ansvar for at dette skal gjennomføres i hele landet på en forsvarlig måte. Det skal inn som en del av behandlingsforløpet. Derfor er jeg veldig uenig med representanten Høie, som sier at jeg ikke har sagt noe om hva jeg egentlig vil. Jeg har sagt at det er helt klart at dette skal inn som en del av behandlingsforløpet, for det skal også gi forutsigbarhet til de kvinnene som får en så alvorlig diagnose og må gjennom et så

årevis. Det har eg lyst til å bringa fram i denne salen her, og eg håpar at det kan bli akseptert. Så var det nokre kommentarar: Representanten Sonja Mandt sa i sitt innlegg at det måtte ei innrømming til når det galdt kvinnehelsa: Ho var ikkje høgt nok prioritert. Nei, då er det kanskje på tide. Ventetid er faktisk blitt ein brems for kvinnehelsa vår. Det ser vi i andre samanhengar – òg i denne samanhengen som vi snakkar om i dag. Så blir eg litt uroa, ein snakkar om denne gruppa som er sett ned, og ho kjem den 23. mars med ei anbefaling. Så seier representanten Sonja Mandt at ein ikkje skal kaste blår i augo på nokon – at dei kanskje ikkje får rekonstruksjon av sine bryst, dvs. dei 4 000 som har venta i årevis. Då blir eg uroleg, då får kvinnene. Er det sånn at dei då skal gå gjennom ein gong til det som den gruppa kjem fram til, og at ein kanskje ikkje i det heile er ein kandidat? Det er skremmande, og det håpar eg ikkje er tilfellet. Så er det dette med at vi ikkje har nok plastikkirurgar. Ja, kanskje har det vore feilslått politikk i årevis for at ein skal behalda folk i det offentlege helsevesenet og – ikkje minst – kunna ha eit privat helsevesen ved sida av. Då må ein jamstilla litt og sjå på: Kva treng vi her? Kva treng vi der? Folk er jo sjølvstendige individ. Dei må jo få lov å velja kor dei vil jobba sjølve. Sånn har det alltid vore, og sånn bør det vera framover òg. Så er det pasientbru: Det er veldig bra. Vi støttar det i Framstegspartiet. Det er heilt klart at noko sånt burde vore gjort, for eg er bekymra for dei som står og ventar, for kvar dag får vi jo eit nytt tilfelle. Det gjeld ikkje for dei som allereie er komne på ventelista. Dei må det gjerast noko med. Så er det helseforetaka: Ja, dei kan gå inn i dag og betala hos private, seier statsråd Strøm-Erichsen. Jo, men kva skjer då? Dei har jo ikkje pengar til det. Dessutan får vi jo då ei forskjellsbehandling mellom dei som eventuelt har pengar, og dei som ikkje har. Er det riktig, då? Eg trudde ikkje det var ein politikk som Arbeidarpartiet ville ha. Jeg forstår godt at representanten Thomas Breen er

om en rettighetsfesting i henhold til pasientrettighetsloven § 2-1b. Hvis Breen leser innstillingen, vil han se at en pasient som ikke hadde fått innfridd sin rett innen ett år, da kunne henvende seg til HELFO og fått sin rett innfridd et annet sted, offentlig eller privat, i Norge eller i utlandet, som alle andre pasienter med pasientrettigheter. Under demonstrasjonen utenfor her i dag møtte jeg en kvinne fra Sørlandet som hadde tatt opp et lån på flere hundre tusen kroner for å få gjennomført en slik rekonstruksjon privat. Hadde det vi ønsker å vedta i dag, vært vedtatt av Stortinget, hadde hun sluppet å ta opp det lånet og kunne ha gjennomført akkurat den samme operasjonen. Men hun kunne ha sendt regningen der den hører hjemme, nemlig Gjennom sin motstand mot denne type lovregulering er de rød-grønne partiene i dag med på ytterligere å forsterke et klassedelt helsevesen i Norge, der de som har råd, har mulighet til å kjøpe seg ut av køen, mens de som ikke har råd, kun har mulighet til å vente. Så viser representanten Breen til at Kreftforeningen er med i arbeidsgruppen – og det er helt riktig. Men Kreftforeningen var også på høring i komiteen dette forslaget. Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte er pådrivere for dette forslaget. De ser ingen motsetning mellom arbeidsgruppens jobb og dette forslaget – tvert imot. De ønsker at dette skal vedtas her i dag, og da er det veldig rart om en representant fra Arbeiderpartiet setter seg over det og mener at de ikke vet sitt eget beste.

derfor ønsker vi å vente til den 23. Vi vil ha de faglige rådene på plass. I motsetning til Høyre har vi en viss aversjon mot å skape en situasjon der vi risikerer å tappe det offentlige helsevesenet for enda mer nødvendig kompetanse – her plastikkirurger. Det kan man risikere ved å innføre en ordning hvor man gir rettigheter som automatisk vil skape et marked, ordning hvor man gir rettigheter som automatisk vil skape et marked, og hvor plastikkirurger kan gå fra det offentlige til det private helsevesenet og doble lønnen sin, men drive med andre ting enn det de strengt tatt burde gjøre. Jeg mener – til representanten Reiertsen . Det mener jeg ikke, nei – da var tiden ute.

ledig privat kapasitet. De har faktisk sendt et brev til helseministeren og vist til spesielle private klinikker som kan gjøre denne jobben, som gjerne vil gjøre denne jobben og bidra til at disse kvinnene får hjelp. Hvis det er slik at regjeringspartiene og statsråden mener at kapasiteten i det offentlige skal bygges opp først,

i det offentlige. Det er veldig viktig, ikke bare for kvinner som trenger rekonstruksjon, men også for alle andre som trenger plastisk kirurgi. Og det handler om fremtiden. Det handler om dem som får denne utfordringen i fremtiden. Men vi er opptatt av hva vi skal gjøre med de over 4 000 som nå står i kø. Det er det det handler om her, og da må man ikke prøve å late som om som om vi ønsker noe annet. Det synes jeg er ganske uredelig når det så klart og tydelig står i innstillingen hva som er målet. Representanten Åse Michaelsen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

innstilling i saken, og jeg tar herved opp de forslagene som ligger der. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen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

og at dette er det høyeste tallet som er registrert på ti år, er det viktig å se på hva som kan forebygge dette. Tallet er heller ikke reelt. Det viser ikke alle de selvmordsforsøkene som er gjort, eller de som ikke blir registrert som selvmord, men som likevel er det. Mørketallene er store. Det er et stort antall etterlatte og venner som sitter igjen etterpå. Det betyr at dette også er en målgruppe som trenger Komiteen er samstemt i saken og er enig om at det er positivt at det kommer en handlingsplan. Denne ble allerede varslet i Nasjonal helse- og omsorgsplan. Vi mener at planen bør være konkret, slik at en kan evaluere hva som virker og hva som ikke virker, og den bør også være et verktøy, slik at andre aktører kan bruke den til veiledning og råd. Komiteen mener også at det må være fokus på dette med Selvskading er like tabu som selvmord. Selvskading betyr at en påfører seg selv skade på grunn av indre uro eller smerte. Også her er det store mørketall, og det er mye uvitenhet blant dem som kan hjelpe. I en rapport fra 2003 oppgis det at 6,6 pst. har påført seg selv skade. Det er liten grunn til å tro at det tallet er lavere nå. Her viser det seg at jentene er i majoritet. Det finnes mange nettsider som tilbyr hjelp, og de gjør en viktig informasjonsjobb. Det er flere som må være aktive aktører når det gjelder forebygging av selvmord og selvskading. Stat og kommune må gjøre det de kan. Kommunene står nær innbyggerne, og det kan settes inn målrettede tiltak dersom de får kunnskap og kompetanse om hvordan de best skal forebygge. Noen kommuner har f.eks. psykolog og de kan fortelle at de har fanget opp flere ungdommer med selvmordstanker og loset dem videre til mer hjelp. Skolen er også et sted hvor man ser de unge selvskaderne, og her bør de ansatte være opplært til å vite hva de skal se etter, og hva slags tilbud de kan gi. Det er viktig for meg å rose de organisasjonene som driver selvmordsforebyggende arbeid og de som driver med oppfølging av etterlatte. De gjør en uvurderlig jobb, som ingen offentlig instans kan erstatte. Derfor er det viktig at de høres når handlingsplanen skal lages og senere evalueres. Det at en organisasjon som LEVE nevnes spesielt, betyr ikke at andre gjør en mindre viktig jobb. De utfyller hverandre, og de trengs alle sammen. Tilskuddsordningene fra det offentlige sørger for driften, og de kan også søke om prosjekter. På den måten har de mulighet til å kunne gjøre den jobben de er dyktige på. Selv om vi nå får en handlingsplan, er dette et felt der vi hele tiden må se på om det er nye gode løsninger. Vi må ha god kompetanse innenfor helse, i psykiatrien og blant fastlegene. Tallene viser at hyppigheten er størst blant unge menn, og særlig de under 30 er overrepresentert. Da er det skremmende at mellom 60 og 80 pst. av dem som tar livet sitt, har vært i kontakt med legen sin den siste måneden. Derfor er fastlegen en viktig aktør når det gjelder forebygging. Det bør være flere psykologer i kommunene, som kan brukes aktivt ute blant de unge, og tiltak på arbeidsplassen, der en tar tak når en ser noen som sliter med vanskelige dager, og vi må ha sikkerhetsnett for familie og venner der noen lykkes med å ta selvmord. Jeg synes det er et godt forslag som kom, selv om vi vet at planen allerede var under planlegging. For det er en viktig og nyttig debatt som vi løfter inn i salen her i dag. i dag. Det skal ikke være tabu å snakke om selvmord og selvskading. Jo mer vi politikere tør å sette søkelyset på den offentlige debatten, jo mer vil også samfunnet være med på å forebygge og ta tak. Vi ser fram til at handlingsplanen blir lagt fram. Mer enn 500 personer begår selvmord hvert eneste år. Dette er

Fremskrittspartiet har fremmet dette forslaget fordi vi har sett et behov for en helhet rundt temaet, i tillegg til at vi mener det er et behov for større åpenhet. Vi ønsker oss en helhetlig plan som tar for seg forebygging og behandling, i tillegg til oppfølging av etterlatte, og vi ønsker oss en offentlig debatt. Forslaget kom i stand etter at en av våre ansatte opplevde at hans barn valgte å ta sitt eget liv en opplevelse så fryktelig at den setter varige spor og rokker ved alt man trodde på. Erkjennelsen av at de pårørende reagerer totalt forskjellig og bearbeider sin sorg på helt forskjellige måter, samt mangel på kunnskap og oppfølging, gjorde at vedkommende ba oss om å sette selvmord på den politiske dagsordenen. Det er vanskelig å forstå at så mange mennesker finner livet så vanskelig at de ikke lenger orker det. Betyr det at vi har et mangelfullt tilbud for dem som sliter? Er det mangel på kapasitet, eller er det mangel på kunnskap? Antagelig er det litt av alt. I Norsk Psykologforenings tidsskrift, utgave nr. 2 i år, fant jeg en interessant artikkel under overskriften «Når sikreste behandling ikke er beste behandling». Her fant jeg mye som viser hvorfor bekjempelse av selvmord er krevende og trenger flere typer virkemidler i forhold til gammel og ung, kvinner og menn. Statistikk viser at det er overvekt av menn som dør i selvmord – de er voksne og har benektet at de er suicidale. Kvinner mislykkes i større grad, og de er yngre, samtidig som de ikke benekter sin situasjon. Disse fanges også derfor lettere opp av helsevesenet. Etter å ha snakket med flere etterlatte ble det tydelig at det ikke finnes bare ett svar. Noen hadde flere forsøk bak seg og hadde slitt i årevis på mange områder. Andre igjen ga ingen forvarsel, og de etterlatte satt igjen med tusen spørsmål som de aldri vil få svar på. Mange får et behov for å fordele skyld, andre får et behov for å klandre seg selv. En ung jente jeg jobbet sammen med i en tidligere jobb, fortalte om den gangen hennes far hadde begått selvmord. Hennes problem rundt hendelsen var meget spesiell. Hennes far hadde hatt enorme humørsvingninger og hadde terrorisert familien gjennom flere år. Periodevis hadde han også utøvd vold. De tre som satt igjen, kunne for første gang gå rundt i leiligheten uten angst, de følte seg fri. Så hva gjør du når alle rundt deg tror at du er i dyp sorg, men det du egentlig føler, er en lettelse? Naturlig nok tenker du at det er noe alvorlig galt med deg og vil aldri tørre å snakke med andre om det. Så mange ansikter kan altså sorgen ha. Etter at dette forslaget ble fremmet, har Helsedirektoratet utgitt en veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord. Veilederen er meget god og gjennomarbeidet. Jeg håper inderlig at kommunene tar denne i bruk, da den involverer aktører som politi, tros- og livssynsrepresentanter, helsetjenesten, barnevernstjenesten, barnehage, skole, likemannsarbeid og arbeidsplasser, for å nevne noe. Det er helt avgjørende at alle kommuner har en beredskap og én instans som koordinerer de ulike tiltakene, slik at tilbudet ikke fragmenteres. En samlet komité understreker viktigheten av kompetanse og erfaring. Det er viktig å huske at pårørende ikke bare er foreldre og søsken, men også besteforeldre, kjæreste, venner og arbeidskollegaer. Om man sier at bak ethvert selvmord lider ti pårørende, betyr dette at mer enn 5 000 mennesker hvert år trenger en eller annen form for oppfølging fra sin kommune. Her vil veilederen være et viktig redskap. Når det gjelder vårt forslag til en tiltaksplan for bekjempelse av selvmord, er det gledelig å registrere at regjeringen allerede har satt i gang et slikt arbeid. Komiteen står samlet om å påpeke at tiltaksplanen må bli så konkret som mulig, slik at man i ettertid kan evaluere hvordan de enkelte tiltak faktisk virker. Videre står komiteen samlet om viktigheten av at organisasjoner som arbeider med dette temaet, blir trukket inn i arbeidet med tiltaksplanen. Jeg vil avslutningsvis uttrykke min takknemlighet for at komiteen har støttet så sterkt opp om dette forslaget fra Fremskrittspartiet. Jeg støtter helseministerens uttalelse i brev av 2. desember i fjor, hvor hun understreker at det kontinuerlig skjer og at det er viktig at dette arbeidet ikke stopper opp i påvente av ny handlingsplan. Det er

at helseministeren bekreftet at dette er et arbeid som skulle igangsettes – og som nå bekreftes er igangsatt. Selvmord er et stort problem, det er også selvskading. Det viser seg at det er en sammenheng mellom selvskading og selvmord, eller en økt risiko for selvmord blant dem som driver med selvskading. Spesielt rammer dette unge mennesker, og det er behov for å se disse to spørsmålene i en sammenheng. Siden vi nettopp har hatt en debatt om dette temaet, vil jeg derfor i dette innlegget begrense meg til å be helseministeren bekrefte at handlingsplanen også skal omfatte selvskading, slik komiteen ber om i innstillingen. I brevet av

Sjølvmord fører til langt fleire dødsfall enn det trafikkulykker gjer, men det får langt frå same merksemd. Å førebyggja sjølvmord er eit samfunnsansvar som krev tiltak på fleire felt, både i og utanfor helsevesenet. Helsetenestene må målretta innsatsen mot risikogrupper i psykiatri spesielt og risikosituasjonar som fører Statens helsetilsyn har tidlegare påpeikt at helsepersonell og helseinstitusjonar har for dårleg kompetanse og rutinar for sjølvmordsrisikovurdering – så er nok også tilfelle i dag. Helsedirektoratet har tidlegare utarbeidd nasjonale retningslinjer for arbeidet, så mykje er gjort, men det har altså ikkje ført til ein reduksjon i talet på sjølvmord og sjølvskading. så mykje er gjort, men det har altså ikkje ført til ein reduksjon i talet på sjølvmord og sjølvskading. Mitt poeng er at vurdering av sjølvmordsrisiko er noko av det vanskelegaste ein møter som helsepersonell. Tankar om og planar for sjølvmord er ikkje uvanleg, særleg hos menneske med psykiske lidingar, men sjølvmord og sjølvmordsforsøk er mykje sjeldnare. Så er jo òg feltet tabulagt, og i møte med helsevesenet vegrar kanskje mange seg for å ta opp Tre av fire sjølvmord blir gjorde av menneske som ikkje er eller har vore i kontakt med den psykiske helsetenesta. Derfor – og her er eg einig med Sonja Mandt – er fastlegane nøkkelpersonar i arbeidet for å oppdaga sjølvmordsrisiko og førebygging. Eg er òg einig i at fleire psykologar i kommunehelsetenesta er viktig, og rask tilgang til kommunepsykolog som eit lågterskeltilbod kan sjølvmord og sjølvmordsforsøk. Skulehelsetenesta er veldig sentral i dette arbeidet, men òg innanfor eldreomsorga bør ein få rutinar for å kartleggja og vurdera sjølvmordstankar og sjølvmordsrisiko hos brukarane. Vi veit i dag at kommunane har ulik kompetanse i sitt tilbod for å ta vare på etterlatne. I nokre kommunar får dei tilgang til til kommunen sin kriseberedskap, i andre finst det ikkje tilsvarande oppfølging. Vi treng å satsa på meir oppfølging av dei pårørande og etterlatne og å styrkja det likemannsarbeidet som skjer. Mange organisasjonar arbeider førebyggjande, i tillegg til det arbeidet som skjer i det offentlege. Eg

som skal avløysa dagens strategi, og vi ser fram til at han blir lagd fram. Som flere har vært inne på, er

men jeg hadde ingen lindring før jeg lærte å stikke meg i låret med en tegnestift. For første gang fant jeg noe som virket, og jeg gråt av smerte og glede. En reduksjon i selvmord og selvskading krever en forsterket og tidlig innsats. Her er skolehelsetjenesten og det psykiske helsetilbudet for barn og unge i kommunene helt essensielt. Derfor er det alarmerende at så mange som

Jeg ønsker derfor å reise spørsmål om ventetidsgarantien for psykisk helsehjelp for barn og unge er god nok når barn og unge under 23 år med behov for behandling, ikke er garantert behandling før etter 65 virkedager. Dette betyr ca. tre måneder med venting på nødvendig helsehjelp. Selv om garantien er der, vi alle har stemt for den og det er positivt, er det i dag heller ikke gitt at man får behandling innenfor de fastsatte grensene. Jeg skulle ønske at vi hadde hatt et mål om at ingen barn og unge skal måtte vente på behandling for sine psykiske skader – tre måneder kan være svært lenge. Jeg vil også rette fokus mot de eldre. Ensomhet, isolasjon og tap av de nærmeste fører til at også den eldre aldersgruppen har en svært høy selvmordsfrekvens. I et forebyggingsarbeid vil det også være viktig å få oppmerksomhet på de eldre som har fått endret sin livssituasjon. Det er dokumentert at eldre mennesker generelt er tilbakeholdne med å søke hjelp. Derfor er det viktig at det forebyggende arbeidet blant eldre er basert på et oppsøkende tilbud som tar hånd om dem som har mistet noen av sine nærmeste, eller som lever i ensomhet. Et selvmord snur opp ned på livet til de etterlatte. Forskning viser at mange av de etterlatte sitter igjen med betydelige helseskader både fysisk og psykisk. Det er også større risiko for selvmordsforsøk og selvmord blant de etterlatte. Landsforeningen for etterlatte ved selvmord forteller at mange etterlatte peker på at hjelpen fra det profesjonelle hjelpeapparatet er for kortvarig, eller at den helt uteblir. Det må vi ta på alvor. Selv om så å si alle kommuner i dag har etablert kriseteam, skorter det faktisk mye på kompetansen her. Til slutt vil jeg nevne den fantastiske innsatsen de frivillige og ideelle organisasjonene gjør, som f.eks. organisasjonen LEVE. Et annet eksempel er Kirkens SOS, med sine 1 000 godt kvalifiserte frivillige medarbeidere. Hvert eneste døgn snakker de i 100 timer med mennesker i krise. Slike organisasjoner er viktige for dem som bruker dem, for deres pårørende og for resten av samfunnet. er, i likhet med det flere allerede har sagt, svært glad for signalet om at en ny tiltaksplan er på trappene, og vi ser frem til at denne kommer. Det er

kommer. Det er følsomme spørsmål vi har til diskusjon i dag. Selvmordsforsøk, selvmord og etterlatte etter selvmord innebærer sterke følelser og traumer. Som samfunn må vi forholde oss til og gjøre noe med disse spørsmålene, både for å forebygge og for å gi god hjelp og bistand til I oktober i fjor hadde Stortinget en grundig og god interpellasjon om selvmord fremsatt av representanten Høie. Debatten viste at det er bred politisk enighet om en sterkere innsats for selvmordsforebygging. Det er bra. Vi har, som det også har vært sagt her, begynt arbeidet med en ny handlingsplan om selvmord og selvskading – for å bekrefte representanten Høies spørsmål. Planen vil ivareta mange av de temaene som forslagsstillerne er opptatt av, og som var sentrale i interpellasjonen. Planen skal også bidra til en offentlig debatt, og jeg håper den også vil bidra til å redusere tabuet som er knyttet til selvmord. Vi skal legge vekt på forebygging i handlingsplanen. Vi må fange opp signaler i tide og vite hva vi skal gjøre. Dette må skje på de arenaene der barn, unge, voksne og gamle

og strukturer som bidrar til at vi samlet sett får et best mulig forebyggende og oppfølgende tilbud. Allerede nå har de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ansvar for å etablere nettverk i sin region og inngå i samarbeid med frivillig sektor. Etterlatte etter selvmord er en gruppe Helsedirektoratet har for kort tid siden lagt frem en ny veileder, som representanten Kjønaas Kjos omtalte positivt, for hvordan profesjonelle og frivillige hjelpere kan møte etterlatte. For noen uker siden møtte jeg representanter for organisasjonen Unge LEVE. Det var et sterkt møte med unge mennesker som hadde verdifull erfaring å formidle. Jeg har forstått at vi ikke møter barn og unge som opplever selvmord blant sine nærmeste, på en god nok måte. Deres kunnskap og erfaring er viktig i arbeidet med en ny plan. Møtet med de unge viste også hvor viktig det er å gjøre noe med tabuene rundt selvmord. Vi må tørre å snakke om det som er vondt. Det er et ansvar som også påligger oss politikere.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

Komiteen ser fram til den varsla stortingsmeldinga om kvalitet og pasienttryggleik og viser til at fleire enkelttiltak for å betra pasienttryggleiken allereie er sette i verk. Komiteens fleirtal, medlemmane frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, tilrår at dei konkrete forslaga som er fremma i representantforslaget, blir vurderte i det vidare arbeidet med stortingsmeldinga, og at representantforslaget blir lagt ved møteboka. At Stortinget er oppteke av betre pasienttryggleik, er på alle måtar svært prisverdig, for det er altfor mange som blir skadde i helsetenesta. Undersøkingar tyder på at 15 pst. av pasientopphalda medførte skadar i 2010, og at så mange som 4 500, kanskje endå fleire, kan ha døydd av Internasjonale studiar tyder på at ein kan rekna med at halvparten av skadane er feil og skadar som kunne vore forhindra. Det vil alltid vera risiko forbunde med behandlingar i helsevesenet, men òg det ein ikkje i utgangspunktet tenkjer på som konkrete skadar, kan ha fatale utfall for pasientane. Sjukehusinfeksjonar kan Underernæring kan komplisera tilstandar og utgjera ein risiko. Arbeidet for å betra pasienttryggleiken må gjennomsyra heile helsevesenet frå politisk og administrativ leiing og ned til kvar einaste avdeling og helsearbeidar. Forslagsstillarane kjem med konkrete forslag for å betra kvaliteten og pasienttryggleiken. Mange av forslaga er det stor semje om. Grunnen til at regjeringspartia ikkje går inn på alle forslaga her, er altså at det er varsla ei eiga stortingsmelding om dette temaet. Fleire tiltak er òg allereie sette i gang. Den nasjonale tryggleikskampanjen «I trygge hender» er eitt viktig tiltak. I oppdragsdokumenta til dei regionale føretaka er det fleire styringsparametrar som omhandlar kvalitet. Desse kan sikkert bli endå meir spesifikke. Kommunane er oppfordra til å behandla politisk dei rapportane som kjem frå tilsyn med helsetenestene – det er viktig. Krav til systematisk arbeid for kvalitetsforbetring og pasient- og brukartryggleik er tekne inn i ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester. Det er blitt lovpålagt at dei verksemdene som yter helse- og omsorgstenester, skal innhenta brukarerfaringar. Eit eige utval har sett på pasientar og pårørande si stilling i er endra for å styrkja ordninga om læringsformål, og det er oppretta ei eiga utrykkingsgruppe i Statens helsetilsyn. Det er dessverre fleire døme på at pårørande ikkje er blitt møtte på ein god måte etter at det har skjedd uheldige hendingar. At det må utviklast eigne retningsliner for korleis pasientar og pårørande skal møtast, kan det vera grunn til å foreslå. Dette må saman med dei andre konkrete forslaga som er fremma i representantforslaget, vurderast i den nye stortingsmeldinga. Men det overordna viktige er å syta for at det blir utvikla ein openheitskultur i helsevesenet, der læring av eigne feil og førebygging av skadar og uheldige hendingar blir overordna. Pårørande må sjåast på som ein ressurs i dette arbeidet. Det må òg gjelda kommunehelsetenester på lik line med spesialisthelsetenester.

spesialisthelsetenester. Alle er vi opptatt av bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene. Derfor er jeg glad for at vi har en helseminister som i aller høyeste grad har satt temaet på dagsordenen. Hun har, antakelig som den første helseministeren i verden, satt i gang en nasjonal kartlegging av omfanget av pasientskader i alle helseforetakene. Den kartleggingen er viktig for å få oversikt over skadene forbundet med pasientopphold. Det vil gi oss et grunnlag for å arbeide framover med kvalitet i tjenestene. Helseministeren varslet for snart et år siden at det ville komme en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet, og at den også ville omfatte hele helse- og omsorgstjenesten, også tannhelsetjenesten. Nå kan man få inntrykk av, på bakgrunn av forslaget vi behandler her i dag, at det ikke skjer noe i påvente av meldingen, men det medfører ikke riktighet. Som ministeren selv påpeker i sitt svar til komiteen, er flere av forslagene i saken relatert til områder hvor det allerede er satt i gang tiltak, som bl.a. pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender», som iverksetter en rekke tiltak i helse- og omsorgstjenesten for bedre pasientsikkerhet. Krav om kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg i kommunene og helseforetakene ble vedtatt i det nye I det nye lovverket er det også stilt krav til både kommunen og helseforetakene om at de skal innhente brukererfaringer og synspunkter fra både pasienter og pårørende. Disse skal selvsagt brukes i et forbedringsarbeid for å heve kvaliteten og bedre pasientsikkerheten. 24 av de 26 styringsparametrene som ministeren har gitt helseforetakene i oppdragsdokumentene, handler om ventetider, tjeneste- og datakvalitet. Det viser at fokuseringen på kvalitet er stort. Et utvalg er satt i gang for å se på hvordan vesentlig informasjon fra pasienter og pårørende skal komme fram og bidra til kvalitetsøkning og styrket pasientsikkerhet. Utvalget kommer med viktige forslag som gjelder pasienters og pårørendes stilling i Til høsten kommer stortingsmeldingen, og jeg er glad for at helseministeren har sagt at pasient- og brukerperspektivet vil få stor oppmerksomhet i meldingen. Selv om vi har blant verdens beste helsevesen, er vi alle enige om at det kan bli bedre. Derfor er det bra at helseministeren nå gjør et grundig arbeid med meldingen og henter innspill fra pasienter, pårørende, faginstanser m.m., slik at Stortinget vil få et grundig og bredt grunnlag når vi skal behandle meldingen. Det er

Det må ikke underslås at medisinsk behandling og kirurgiske inngrep er forbundet med en viss fare. Nettopp fordi alle mennesker er unike, vil vi også se individuelle forskjeller på hvordan den enkelte responderer på behandling. I mange år har vårt helsevesen framstått som en lukket tilværelse. Under henvisning til både taushetsplikt og etikk har det ikke vært legitimt å snakke om uheldige hendelser og i alle fall ikke uønskede dødsfall. Den tiden er heldigvis forbi, men det er fortsatt et langt stykke igjen før alle våre helsevirksomheter har etablert systemer som gjør at man lærer av hverandres feil for å kunne bedre egen kvalitet og forebygge uønskede hendelser. Jeg opplever at kommunehelsetjenesten henger langt etter sykehusene, og konstaterer med glede at Sykehuset Østfold leder an i en åpenhetskultur. Det er ikke mange år siden enhver offentliggjøring om en uønsket hendelse fra sykehusets side resulterte i et førstesideoppslag i VG med krigsoverskrifter. Det virket som VG hadde en egen journalist som var dedikert til å lese sykehusets postjournaler, hvor det åpent ble beskrevet uønskede hendelser på en anonymisert måte. Dette resulterte, som sagt, i at journalisten laget et skandaleoppslag under vignetten «VG avslører». Det var en periode ansatte skammet seg og nærmest ikke torde fortelle at de jobbet på Sykehuset Østfold på grunn av det negative mediekjøret. Men heldigvis sto sykehusledelsen imot presset som oppsto i kjølvannet av dette, og holdt fram med sin åpenhet i forvissning om at det ville være et viktig element i Fremskrittspartiet har vært opptatt av at det skulle utarbeides kvalitetsindikatorer for sykehusene, som pasienter bl.a. kunne bruke i forbindelse med ordningen fritt sykehusvalg. Dessverre opplever vi at det ikke er samme framdrift i utviklingen av slike indikatorer under denne regjeringen som vi så under den borgerlige regjeringen. Allerede i 2007 gikk Peter F. Hjort ut med et estimat om at det kunne være over 4 000 uønskede dødsfall ved norske sykehus. Han pekte på at det burde være mulig å halvere dette antallet gjennom systematisk arbeid. Det er selvsagt positivt at regjeringen har iverksatt pasientsikkerhetskampanjen, og vi ser også fram til den varslede stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. Men etter vår oppfatning går arbeidet altfor sakte. Da Hjort for fem år siden pekte på muligheten for å halvere antallet dødsfall som følge av uheldige omstendigheter, og vi i dag ser at antallet faktisk synes å være høyere enn den gang, er det grunn til å være utålmodig. Når regjeringspartiene i innstillingen strekker seg så langt som å be om at de forslag som fremmes i representantforslaget blir vurdert i arbeidet med stortingsmeldingen, så langt som å be om at de forslag som fremmes i representantforslaget blir vurdert i arbeidet med stortingsmeldingen, kan en vel ikke forvente mer i et politisk system hvor en flertallsregjering ikke lar seg styre fra Stortinget. Høyre har fremmet forslaget, og i komitébehandlingen har vi andre forsøkt å bidra med vårt. Siden regjeringspartiene peker på representantforslaget og ikke også på innstillingen, er det noen forslag jeg vil trekke fram. Det første gjelder forholdet mellom ambulansetjenesten og sykehuset. Alle er kjent med viktigheten av gode prehospitale tjenester. Men deres De får ikke i dag muligheter til å evaluere sin egen behandling i et helhetlig forløp under henvisning til taushetsplikt. Her må det gjøres noe. Vi snakker om gode pasientforløp, og da må vi ha læringsprosesser som omfatter hele forløpet. Vi kan ikke ha det slik at ambulansepersonell er prisgitt å lese dødsannonser for å få en indikasjon på om behandlingen de startet, var rett Det neste jeg vil nevne, er politiets behov for etterforskningskompetanse på saker som omhandler helsevesenet og pårørendes muligheter til å få bistandsadvokat i forbindelse med uheldige hendelser som fører til dødsfall. Det er viktig å ha den nødvendige rettssikkerhet også innenfor sykehusets dører, som vi har utenfor dørene. Til slutt vil jeg nevne en liten kjepphest fra Fremskrittspartiet om at pasienter skal ha mulighet til å melde sine opplevde avvik inn i de samme avvikssystemene som helsepersonell bruker. Dette handler igjen om helhetlige læringsprosesser, og opplevd kvalitet burde være like viktig som faglig vurdert kvalitet. Vi må ha tro på at vi får på plass gode IKT-systemer som kan håndtere avviksmeldingene, og at elektronisk ID vil kunne skille hva som meldes av lege, sykepleier og pasient. Det er på denne måten vi kan få et helhetlig kvalitetssystem, og jeg håper at vi etter hvert også får med oss de andre partiene på det. Med dette vil jeg få ta opp forslagene Fremskrittspartiet har i saken. Representanten Jon Jæger Gåsvatn har tatt opp de forslag han refererte til.
spesielt for støtten fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet til 18 punkt i innstillingen om bedre pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Dette er et viktig tema som heldigvis har fått økende oppmerksomhet. Høyre fremmet et tilsvarende helhetlig forslag i 2009. Det fikk den gangen ikke den samme mottakelsen. et tilsvarende helhetlig forslag i 2009. Det fikk den gangen ikke den samme mottakelsen. Etter det har ikke minst pårørende innenfor helsevesenet som har opplevd å miste sine nærmeste, skapt veldig stor oppmerksomhet om dette temaet. Jeg vil også gi ros til helseministeren som har tatt fatt i dette, satt i gang kampanjer og ikke minst gitt beskjed om at regjeringen nå jobber med en egen stortingsmelding om dette, som skal komme til høsten. Det ser Høyre fram til. Når Høyre likevel fremmer disse forslagene, er det fordi vi mener at det er enkelte tiltak som kan gjennomføres nå. Vi mener det er tiltak som det kan skapes debatt rundt, som det er viktig å ha en debatt rundt. Men det er heller ikke å se bort fra at når vi fremmer disse forslagene nå, er det med et stort håp om at regjeringen vil plukke fritt fra dem, sånn at vi kjenner igjen noen av dem i det som kommer i stortingsmeldingen til høsten. Det er opposisjonens mest effektive måte å påvirke politikken på. Når en møter dette spørsmålet, er det ikke mulig bare å komme med ett enkelt svar, én enkelt løsning. Det er nettopp den helhetlige tilnærmingen som er nødvendig. Selv om dette er 18 punkt, er det allikevel tre områder som jeg

strategiene samtidig og inkludert. Derfor er det også riktig at en får en helhetlig stortingsmelding om dette. Helsetjenesten har mye å lære fra andre områder i samfunnet på disse områdene. I Norge er det naturlig å se til petroleumsnæringen som har jobbet med dette systematisk i veldig mange år, med veldig gode resultater. En har tilsvarende mulighet til å lære fra luftfarten. Det er ikke tid til å omtale alle disse 18 punktene i et innlegg, men jeg vil likevel komme inn på noen forslag under hvert område. Balansert ledelse handler om at ledelsens oppmerksomhet skal være like stor, og helst større, på kvalitet og pasientsikkerhet som på økonomistyring. Da mener vi det er riktig at Stortinget starter med seg

gjennom at man dermed får en årlig stortingsmelding og debatt om statusen når det gjelder pasientsikkerhet. Dermed vil også Stortinget som øverste organ vise at vi vektlegger dette like mye som de årlige budsjettene. Når det gjelder system, vil det være behov for å få på plass mer nasjonal styring knyttet til bedre internkontrollsystemer og et krav om ISO-sertifisering, som en har på andre områder i områder i samfunnet. Det skulle bare mangle at en ikke hadde dette på helseområdet der det er så stor grad av høyrisikoaktivitet som foregår. Når det gjelder kultur, er det egentlig forunderlig at en del av samfunnet vårt som i så stor grad er preget av mennesker med veldig høy og lang utdannelse, i så liten grad er i form av å lære av feil som andre har gjort, og være åpen om egne feil. Her er det behov for å gjøre mye for å endre denne kulturen. Opposisjonen mener at det å få på plass en havarikommisjon som uavhengig går igjennom de alvorligste hendelsene og lager en analyse av dem, vil være ett grep som kan endre kulturen. Det er

Pasientsikkerheten må være i høysetet, og siden vi behandler stadig flere pasienter og behandlingen blir mer og mer avansert på grunn av den medisinsktekniske og teknologiske utviklingen, må gode rutiner og høy kompetanse være grunnpilarene i helsevesenets tillitsoppbygging. Vi kan ikke være bekjent av at det er en kultur i helsevesenet der uheldige hendelser ikke rapporteres eller undersøkes. Det er derfor interessant å se hva som blir resultatet av pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender», og hvilken informasjon som kommer ut av den. Dette handler ikke først og fremst om hva enkeltmennesker har gjort, men om systemsvikt og manglende evne til å lære av feil. Vi må ha en kultur i helsetjenesten som er åpen og lærende. For kort tid tilbake sa direktøren i Statens helsetilsyn at sykehusene verken lærer av egne eller andres feil, og at helseforetakene heller ikke vet hvor svakhetene ligger. Han utdypet videre at sykehusene ikke er lærende organisasjoner som bruker tilsynsrapporter, egne erfaringer og registreringer av uhell og nestenuhell til å bedre kvaliteten. Videre sa han at ledelsen ikke tar tydelig nok ansvar for at behandlingen er forsvarlig, forsvarlig, at helseforetakene mangler styringssystemer og internkontroll, og sist: at ledelsen ikke vet hvilken kvalitet tjenesten har, og hvor svakhetene ligger. Jeg vil gå så langt som å si at dette ligner en systemkrise. Så lenge det skjer opp mot 4 500 unaturlige dødsfall på norske sykehus, kan vi etter min mening ikke skryte på oss å ha verdens beste helsetjeneste. Størrelsen på helsebudsjettene sier heller ingenting om kvaliteten på tjenestene. Alle disse rapportene fra Helsetilsynet viser hvor viktig det er at nettopp pasientsikkerhetskampanjen er satt i gang, og det er vi nok alle glad for. Kristelig Folkeparti mener fortsatt at det burde etableres en havarikommisjon for helsesektoren etter modell fra transportsektoren, og som tidligere er blitt nedstemt av regjeringspartiene i Stortinget. Dagens systemer er ikke gode nok for å rydde opp. Det kan ikke være helsetjenesten som skal vurdere seg selv, slik det nå er. Det er behov for at eksterne gransker og analyserer unaturlige dødsfall og uheldige hendelser. Jeg ønsker å formidle at jeg mener at den ordningen vi har i dag, ikke er god nok. Folkeparti vil også at det bygges opp spesialkompetanse i politiet på etterforskning av saker i helsesektoren. Vi mener det er viktig for å sikre politiets uavhengighet. Til tross for at politiet nå kan innhente sakkyndig fagkompetanse andre steder, kan det oppstå lojalitetskonflikter, og vi vet at det medisinske miljøet i Norge er svært lite. Videre vil Kristelig Folkeparti at berørte pasienter og pårørende får god informasjon om uønskede hendelser, at konsekvenser og klage- og erstatningsmuligheter belyses, og at dette journalføres på en tilfredsstillende måte. Tradisjonelt har sykehusene vært lukkede og hierarkisk styrte organisasjoner, der pasientene har vært passive mottakere av tjenestene. De siste årene har rett til behandling og brukermedvirkning kommet i stadig større grad som nye verdier. Det er utrolig positivt. Likevel er vi ikke i havn. Vi mener vi har en lang vei å gå. Informasjon om uønskede hendelser vil styrke pasienters og pårørendes tillit til helsetjenesten. Helt på tampen: Kristelig Folkeparti vil formidle at vi støtter forslagene nr. 1, 2 og 3, slik det fremkommer av innstillingen.

innstillingen. Det skal ikke være noen tvil om at regjeringen er opptatt av bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene. Nettopp derfor varslet jeg for et år siden at jeg i 2012 ville legge frem Norges første stortingsmelding om dette temaet. Norske helsearbeidere er gode, men skal bli bedre. Som kjent er jeg i gang med en omfattende prosess for å få innspill til stortingsmeldingen, slik at Stortinget kan få et bredest mulig grunnlag for å drøfte kvalitet og pasientsikkerhet. Vi vet allerede i dag en hel del om kvaliteten i norsk helsevesen. Tall fra OECD viser at vi er blant de beste i verden på overlevelse av alvorlige sykdommer som kreft, akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag. hjerneslag. Da har jeg bare lyst til å komme med en kommentar til representanten Laila Dåvøy, som sier at det ikke er budsjettene som kan avgjøre; nei, det er jeg helt enig i. Men internasjonale målinger kan vi ikke se bort fra, de er faktisk ganske viktige for oss. Pasientsikkerhetskampanjen, som vi er i gang med, har avdekket at ca. 16 pst. av pasientoppholdene i norske helseforetak var forbundet med minst én skade i 2010. 2010. Videre viser undersøkelser at vi kan bli mye bedre på tilgjengelighet, service og brukermedvirkning. Systematisk arbeid er avgjørende for god kvalitet og for å bedre pasientsikkerheten. Dette er et lovkrav i spesialisthelsetjenesteloven og den kommunale helse- og omsorgsloven. Regjeringen vil fortsette å utvikle kvalitetsmålinger, etterspørre kvalitet og ha full åpenhet om Kommunestyrer, styrer i helseforetak og ledere på alle nivåer må også etterspørre kvalitet og pasientsikkerhet og ha innsikt i risikoforhold. Debatten om meldeordning, utrykningsgruppe og havarikommisjon viser at det er ulike meninger om hvilke tiltak som skal fremme læring og pasienters rettssikkerhet. Utrykningsgruppen ble etablert for å styrke den tilsynsmessige oppfølgingen av alvorlige, uønskede hendelser. hendelser. I likhet med en havarikommisjon har den som mål å kartlegge årsakene til alvorlige hendelser. Fra 1. juli er det Kunnskapssenteret som skal motta meldinger om hendelser som har ført til – eller som kunne ha ført til – betydelig skade på pasient. Meldingene til Kunnskapssenteret kan ikke brukes som grunnlag for sanksjoner, men som grunnlag for læring. Kunnskapssenteret skal støtte helsetjenestens ansvar for å analysere årsaker, lære av og forebygge lignende hendelser. De skal også foreslå tiltak for tjenesten og nasjonale myndigheter. Denne type meldeordning anbefales av EU, Verdens helseorganisasjon og Europarådet. Stortingsmeldingen som kommer i år, skal dekke hele helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Den skal vise den politiske kursen for å fremme en helsetjeneste av god kvalitet og pasientsikkerhet. Dagens kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid vil bli videreført og videreutviklet parallelt med utformingen av stortingsmeldingen. Pasient- og brukerperspektivet får stor oppmerksomhet i meldingen. Departementet har en egen nettside der alle er velkomne med innspill. Vi gjennomfører også dialogmøter med pasient- og interesseorganisasjoner, fagetater og andre aktører. I meldingen vil man diskutere om det er behov for å endre juridiske, pedagogiske, organisatoriske og økonomiske virkemidler. I Sverige har man f.eks. knyttet økonomiske virkemidler til pasientsikkerhet. Vi vil vurdere om det er nødvendig med økonomiske virkemidler for å fremme god kvalitet. Representantforslaget fra Høyre har mange gode forslag. forslag. Som det fremgår av mitt brev til komiteen, er flere av anbefalingene i tråd med tiltak som vi allerede har satt i verk. Andre anbefalinger er ivaretatt gjennom pågående prosesser. Jeg kan forsikre om at alle anbefalingene vil bli vurdert i arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. Det blir replikkordskifte. Hva er statsrådens begrunnelse for

i en slik situasjon? Er det slik at regjeringen kun er opptatt av kvalitet og læringsprosesser, og mener at pasientenes og pårørendes rettssikkerhet innenfor sykehusets vegger er av underordnet betydning? Det er ikke slik at vi ikke er opptatt av å finne årsaken til hvorfor feil skjer. Når det er alvorlige hendelser, skal de meldes til Helsetilsynet. Helsetilsynet skal gjøre en egen vurdering av om de skal rykke ut. Dødsfall meldes også, og politiet blir varslet om det – selvfølgelig skal de bli det. Så er det slik at vi nå skal gjøre en evaluering av den utrykningsenheten som vi har etablert, gjøre en grundig vurdering av hvordan den har fungert, og om det skal gjøres endringer. Men jeg må bare og om det skal gjøres endringer. Men jeg må bare be om at vi må få gjøre den evalueringen når vi nå har hatt denne ordningen i to år. Jeg tror den har endret mye av håndteringen av alvorlige hendelser og fokuset på det. I tillegg har sykehusene fått en lovfestet plikt til å varsle om de alvorlige hendelsene.

Som oppfølging av det satte helseministeren ned en arbeidsgruppe som har kommet med en anbefaling, som nå har vært på høring. Jeg lurer på når dette vil bli fulgt opp fra regjeringen, om dette kommer til å bli fremmet som en egen sak, eller om det kommer i forbindelse med en stortingsmelding? Når det gjelder dette representantforslaget, håper jeg også at representanten Høie har fått med seg har fått med seg at mange av disse forslagene som ligger her, allerede er iverksatt. Jeg har bare lyst til å si i forbindelse med at representanten Gåsvatn sa at vi ikke hadde kommet med så mange nye kvalitetsindikatorer: Vel, i 2011 kom vi med 18 nye, og vi kommer med flere. Så det er Når det gjelder dette med å bli part i sak, er det riktig at vi har hatt et arbeid på det. Vi har hatt en arbeidsgruppe, og vi har også hatt en høring i den forbindelse. Jeg synes det er naturlig at det også blir en del av stortingsmeldingen, og ser det i sammenheng med hvordan vi håndterer arbeidet og etterarbeidet i forbindelse med alvorlige hendelser. Jeg har et spørsmål om utrykningsgruppen. Så mange som 4 500 mennesker dør unaturlig på sykehusene hvert år, og det er

vurderer da helseministeren at det er nok? I hvert fall har jeg gjort meg tanken: Rykker de ut ofte nok? Det er det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet er: Hvordan følger departementet det arbeidet som pågår, slik at de kan forsikre oss om at man rykker ut ofte nok? Vi vet jo også at veldig mange av disse dødsfallene kunne vært unngått, dersom de hadde lært av det som skjedde. Da synes jeg det er en utrolig liten

tall. Jeg vil også understreke at det her ikke er så lett å sammenligne seg med andre land, for det er ikke noen andre som har gjort denne type undersøkelser like omfattende som det vi har gjort. Men når vi har gjort det, er det nettopp for at vi skal kunne forebygge og se hvordan vi skal jobbe videre med pasientsikkerhet. Det er klart at jeg også har stilt meg spørsmålet: Rykker denne utrykningsenheten ut ofte nok? Hvordan er det i forhold til andre typer enheter som man kan sammenligne seg med? Det er vanskelig fordi det er spesielt, men det er en del av det som vil bli gjennomgått i evalueringen. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og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

De aller fleste får i dag god og rask hjelp, og på grunn av høy kvalitet i det norske helsevesenet overlever også de fleste kreftsykdom og blir helt friske. Å måtte vente lenge før en får svar på prøver, å måtte vente før det blir stilt diagnose og å måtte vente, når man vet at man trenger behandling, på at behandling settes i gang, oppleves for mange – jeg vil si alle som en stor psykisk belastning. Det er klart at både pasienter og familie blir engstelige og redde når de ikke får raske svar og rask behandling. Når det gjelder overlevelse av kreft, er det de siste årene registrert en forbedring av resultater for en rekke kreftdiagnoser, som livmorhalskreft, brystkreft – som har vært diskutert tidligere i dag – og tykk- og endetarmskreft. På disse områdene er Norge ifølge OECD best i Norden. Men det er mulig å få ned ventetiden enda mer. Derfor jobbes det på sykehusene i dag kontinuerlig for å få ned ventetiden. Samtidig har statsråden stilt krav til helseforetakene om at 80 pst. av kreftpasientene skal være i gang med behandling innen 20 virkedager, og for å oppnå dette må sykehusene identifisere flaskehalser og forbedre organiseringen. Sist sommer ble det fastsatt veiledende forløpstider på kreftområdet, og Helsedirektoratet vil i år følge opp sykehusenes tidsbruk. Denne saken handler altså ikke om hvorvidt vi ønsker at kreftpasienter skal behandles raskt eller ikke, men hvorvidt vi mener at en behandlingsgaranti er det rette virkemiddelet for å sikre pasienter raskere behandling. Komiteen viser i sin behandling av denne saken spesielt til Legeforeningens innspill på komitéhøringen. Legeforeningen mener at det å fastsette en generell behandlingsgaranti for pasientgrupper er prinsipielt problematisk. Det skal foretas en individuell vurdering av den enkelte pasients situasjon, og dermed også en individuell vurdering av hvor lenge det er forsvarlig å vente for den enkelte pasient. Dette er komiteens flertall enig i. En spesifikk behandlingsgaranti ved siden av den pasientene har i pasientrettighetsloven, vil ikke være et effektivt virkemiddel for å forbedre behandlingstilbudet for kreftpasienter. Flertallet i komiteen foreslår derfor at forslaget avvises. Det er bred enighet om at pasienter som rammes av kreft, skal til behandling raskt, og at behandlingen skal ha en høy kvalitet. Det er

Derfor er det positivt at regjeringen sist sommer fastsatte veiledende forløpstider på kreftområdet, og at sykehusets tidsbruk vil bli fulgt opp av Helsedirektoratet, som vil rapportere disse tallene til departementet. Det er også stilt krav til helseforetakene om at 80 pst. av pasientene skal være i gang med behandling innen 20 virkedager. For å oppnå det målet må selvfølgelig helseforetakene identifisere flaskehalsene og organisere tilbudet sitt Når det er sagt 80 pst. og ikke 100 pst., er det fordi noen tilfeller vil kreve lenger enn 20 dager på utredning. Da komiteen tidligere i denne uken var i Bergen, fikk vi høre om utredning av kreft og bruk av PET-scan. Legen vi snakket med, var tydelig på at noen ganger var det viktig å bruke lengre tid på utredning enn 20 dager. Det kunne ha betydning for hvilken behandling pasienten skulle ha, noe som igjen kunne ha betydning for resultatet av behandlingen, og som kanskje også kunne redusere skadevirkningene som pasienten kunne få av behandlingen. Det viser at det er ikke bare for oss politikere å vedta en juridisk rett når vi ikke helt kan se konsekvensen av det. Det er viktig at vi lar fagfolk vurdere hva som er riktig i hvert enkelt tilfelle. Det er også viktig at vi som politikere har et ansvar for å sikre at helse- og omsorgstjenestene får nødvendig vekst, og at det er tydelige styringskrav. Jeg slutter meg til helseministeren når hun sier at juridiske rettigheter ikke gir økt kapasitet til pasientbehandlingen. Kompetanse og kapasitet innenfor kreftbehandlingen endres ikke gjennom lovverket, men gjennom organisering, prioritering og

garantien. Den diskusjonen har vi hatt i Stortinget flere ganger uten at det ser ut til at vi kommer noe lenger. Det viktige i denne saken er likevel ikke hvorvidt regjeringen har brutt enda et løfte til det norske folk. Det klarer nok folk flest – altså velgerne – selv å vurdere. Det viktigste er hvordan vi kan få gitt syke mennesker en best mulig behandling, og derfor skal jeg i denne debatten la det foregående ligge. ligge. Det er likevel grunn til å merke seg at behandlingsfrist på 20 dager for kreftpasienter ikke er et forslag Fremskrittspartiet har funnet på – det er Helsedirektoratets faglige anbefaling for å sikre pasientene god behandling, altså innen 20 dager for 80 pst. av pasientene. Statsråden begrunner sin avvisning av dette forslaget med at det er andre tiltak som er mer avgjørende for å sikre kreftpasienter en god behandling, enn en behandlingsgaranti. Statsråden viser i denne sammenheng til at kapasitet og kompetanse er viktigere enn behandlingsgaranti. Da er det utrolig rart at regjeringspartiene de to siste årene har stemt ned en rekke forslag som har ivaretatt behovet for både kapasitet og kompetanse, som statsråden nå mener er det aller viktigste. Det er også underlig at Helsedirektoratet er så tydelig på en medisinsk tidsfrist for behandling, dersom den faktisk ikke er av betydning for tilbudet til pasientene. I denne saken skifter statsråden argumentasjon løpende, slik jeg oppfatter det, for å komme seg unna sine egne løfter. Det er også verdt å merke seg at Kreftforeningen støtter dette forslaget, basert på den samme argumentasjon som opposisjonen i dag fremfører. Jeg har vanskelig for å tro at den ville gjøre det dersom dette ikke var viktig for nettopp pasientene. Dette viser også, etter min oppfatning, at argumentasjonen ikke holder vann. For meg er det en selvfølge at når den medisinske vurderingen tilsier at behandling bør starte, skal den faktisk starte. Det sier i dag regjeringspartiene nei til. Det vil bidra til å forsterke trenden med en formidabel økning i private helseforsikringer. Statsråd Strøm-Erichsen er, slik vi oppfatter det, de private forsikringsselskapers beste venn. Mens helsekøene vokser og det klassedelte samfunnet blir mer og mer tydelig, kjøper ressurssterke mennesker seg ut av helsekøen og overlater til dem som ikke har så mye fra før, å stå i den offentlige ventekøen. Det er en usosial politikk, som Fremskrittspartiet vil markere avstand til. I denne saken kunne regjeringspartiene fremmet en rekke andre forslag istedenfor behandlingsgaranti, dersom man mente at det var viktig. Det velger man altså ikke å gjøre. at denne regjeringen er tom for ideer om hvordan man kan forbedre helsevesenet. Norske kreftpasienter fortjener en reell behandlingsgaranti når de rammes av denne grusomme sykdommen. Jeg vil med disse ord ta opp de forslagene i saken som Fremskrittspartiet – sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti – står bak. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til. Dette er

historie som går veldig mange år tilbake i tid, ut fra at det er disse partiene som i første omgang kjempet fram den første ventetidsgarantien, det er disse partiene som kjempet fram den individuelt fastsatte medisinske tidsfristen for pasienter, og det er også disse partiene som i dag foreslår å forbedre denne ordningen. Hver gang en har kommet med disse forslagene, har argumentene imot vært påfallende like: En bør heller jobbe med å øke kapasiteten i det offentlige helsesystemet, systemet må få lov til å jobbe med å løse disse oppgavene, en bør heller ha målsettinger istedenfor garantier, osv. Uansett hva en har foreslått, har argumentene vært de samme. Men hver gang de partiene som i dag er i opposisjon, har hatt flertall og har fått gjennomført sin politikk, har det aldri vært noen som har foreslått å reversere det vi har fått vedtatt. Det er jeg overbevist om også kommer til å skje når den type rettigheter som vi har behandlet i dag, blir vedtatt. Kreftforeningen sa til komiteen i høringen at regjeringens løfte bør bli en juridisk rett, og de støtter representantforslaget. Det gjør også Høyre. Vi mener at når Helsetilsynet er så tydelig på at det er

å journalføre den begrunnelsen, som gjør at en er tydelig på hvilken situasjon en er i. Det som skjer i dag, er at det er et voksende privat forsikringsmarked knyttet til kreft, det er et voksende privat diagnostiseringsmarked knyttet til kreft, og det kommer til å bli et voksende privat behandlingsmarked når det er snakk om kreft. Hadde noen sagt for 10 eller 20 år siden at det i Norge også ville være et privat marked for kreftdiagnostisering og -behandling, tror jeg ingen politiske partier noen gang ville trodd på det, for kreft tilhører det området som en har ment at det offentlige har prioritert høyt – det er en prioritert sykdom. Dette er et område der en aldri hadde trodd det ville kunne oppstå et privat marked. Det har gjort. Det betyr at i dag reiser prostatakreftpasienter til Sverige og får gjennomført private prostatakreftoperasjoner, som de enten betaler for selv, eller som det betales for via forsikringsselskapene. Det forslaget som ligger på bordet i dag, ville gjort det mulig for alle pasienter i Norge, uavhengig av om en har en privat helseforsikring, uavhengig av om en har en god økonomi, å ha akkurat de samme rettighetene som de som har en tykk lommebok eller en privat helseforsikring. Dermed er dette et forslag som innebærer at vi forbedrer helsevesenet vårt i retning av at vi hegner om at det er en offentlig oppgave å gi helsetilbud til alle, uavhengig av om en har en god eller en dårlig økonomi, uavhengig av sosial status, kjennskap til og vennskap i helsevesenet. Derfor er dette et viktig forslag for å sikre at vi har et godt offentlig helsevesen, og at vi har et helsevesen som gir like muligheter for alle pasienter, uavhengig av sosial status. Noreg har dei siste åra fått stadig betre statistikk når det gjeld overleving etter kreftbehandling. Det går særleg på kreftsjukdomar som brystkreft, livmorhalskreft og tjukk- og endetarmskreft. Likevel opplever mange kreftpasientar at dei må venta for lenge på behandling. Det er brei politisk einigheit om at tida som går med til utgreiing og anna før behandling blir sett i verk, må ned. Regjeringa har vedteke rettleiande forløpstider for kreftbehandling generelt. Helsedirektoratet har fått i oppgåve å følgja nøye med sjukehusa sin tidsbruk på kreftpasientar. Målet er at 80 pst. av pasientane skal vera i gang med behandling etter 20 virkedagar. I denne tida føregår utgreiing, diagnostisering og planlegging av behandling. Denne målsetjinga er i tråd med dei faglege målsetjinga er i tråd med dei faglege råda frå Helsedirektoratet. Forslagsstillarane foreslår å oppretta det dei kallar for «en reell behandlingsgaranti for kreftpasienter», som inneber ein juridisk rett til behandling innan 20 virkedagar dersom det ikkje føreligg medisinskfaglege grunnar for lengre behandlingstid. Eg vil visa til at Legeforeningen i sitt høyringsutspel skriv: «Særskilte behandlingsgarantier for pasientgrupper er prinsipielt problematisk og ikke alene tilstrekkelig for å oppnå om å øke kapasitet og kvalitet i tilbudet.» Eg vil òg visa til det som statsråden skriv i sitt brev til komiteen: «Kompetanse og kapasitet innen kreftbehandling endres ikke gjennom lovverk, men gjennom organisering, prioritering og ressurstilførsel.» Senterpartiet er heilt einig i desse motførestellingane. Ein spesifikk juridisk rett for kreftpasientar i tillegg til den dei har i pasientrettslova, vil ikkje vera eit treffsikkert verktøy for å I dag har vi behandla fleire saker som omhandlar å setja fristar og rettar for behandling i helsevesenet. Eg synest det er til ettertanke at måten Stortinget styrer og vil sikra kapasitet på, er gjennom å utvikla rettshelsevesenet ytterlegare, med fleire og fleire juridisk bindande fristar til fleire og fleire behandlingar og diagnosar. Slik unngår ein òg kanskje den vanskelege debatten, nemleg prioritering mellom grupper. Spørsmålet i andre enden er om fristane og rettane verkeleg får sin verdi. Når fristbrot blir eit kvalitetsparameter i spesialisthelsetenesta, kan ein iallfall begynna å reflektera. I samband med det representantforslaget som vi har til behandling i dag, meiner eg at det viktige er at eit felles storting er einige om å arbeida ivrig for at kreftpasientar får eit betre tilbod og kortare behandlingsforløp, og at ventetidene skal ned. Vi er ueinige om det er ein juridisk rett som er det avgjerande i dette arbeidet eller ikkje. Så er det òg slik at den største bøygen i kreftdiagnostikken kanskje ikkje er i spesialisthelsetenesta, men hos pasienten sjølv, som ikkje oppsøkjer legen og/eller ignorerer symptom, og hos fastlegen. I forhold til overleving er det iallfall viktig at ein forsterkar innsatsen i kreftomsorga òg på dette området. Så har eg ein kommentar til representanten Bent Høie sitt eksempel når det gjeld prostatabehandling. Dette var oppe i media like før jul, i eit oppslag i Bergens Tidende om ein pasient som hadde reist til utlandet for å få operasjon.

og for enkelte kreftformer er det ikke kritisk med oppstart innen 20 dager. For andre kreftformer er 20 dager forskjellen mellom overlevelse eller død.» Regjeringen har vært mer utydelig enn tydelig overfor kreftpasientene i det siste, er min påstand. Ett eksempel er valgløftet om en behandlingsgaranti innen 20 dager, som har blitt til en målsetting. Slik oppfattet iallfall pasientene dette, og igjen sitter de med flere spørsmål enn tidligere. Når opposisjonen nå foreslår en forpliktende kreftgaranti, som samsvarer med det valgløftet statsministeren ga på en pressekonferanse i fjor sommer, svarer helseministeren bl.a. at en slik rett ikke er et effektivt virkemiddel for kreftpasienter. Jeg tror ikke kreftpasienter er enig i det. Vi hører gang på gang regjeringens svar på problemene i helsetjenesten, senest fremført av statsministeren i spørretimen for et par uker siden. Da sa han at «vi nå har et av verdens aller beste helsevesen. Der vi har sammenlignbare tall, f.eks. for kreft, ligger Norge absolutt på topp når det gjelder overlevelse». Videre hører vi at vi nå bruker mer penger enn noen gang, men det kan jo enhver regjering si, og kommer enhver regjering til å kunne si, for budsjettene øker jo år for år. Argumentasjonen tar ikke høyde for de utfordringene kreftpasienter møter hver dag. At andre land har lang ventetid for sine kreftpasienter, legitimerer ikke en lang ventetid i Norge. At vi bruker mer penger enn noen gang, legitimerer ikke at vi ikke bruker nok. Det er urovekkende når statsråden uttaler at en lovfestet rett ikke gir automatisk økt kapasitet i behandlingstilbudet. Enten mener statsråden at en lovfestet rett uansett ikke ville bli fulgt opp av departementet i form av økt kapasitet i tilbudet, eller så mener statsråden at det ikke er mulig å øke kapasiteten i behandlingstilbudet, enten fordi det ikke er tilstrekkelig behov for det, eller fordi det ikke finnes tilstrekkelig ressurser for å øke kapasiteten på tilbudet. Jeg vil tro det siste er tilfellet – rett og slett at man kanskje tenker økonomi. Da vil jeg sitere Kreftforeningen, som på høringen uttalte følgende, nettopp om ressurser: «Kreftforeningen ser at mange lett kan si innføring av en slik juridisk rett kan føre til økte kostnader og omprioritering til fordel for kreftpasienter. På bakgrunn av at kreftpasienter uansett har krav på behandling, mener vi at dette ikke medfører riktighet. Om en pasient starter behandlingen etter 20 dager eller 2 måneder burde kostnadene for behandlingen bli de samme. Tvert imot kan det offentlige oppnå en besparelse ved raskere behandling ved at kreften behandles på et tidligere stadium.» I denne perioden har det blitt fremmet en rekke forslag fra opposisjonen som kunne bidratt til å bedre nettopp organiseringen, samt å øke kapasitet, kompetanse, effektivitet og sikkerhet i behandlingen. I tillegg ble det i budsjettet for 2012 foreslått, fra samtlige opposisjonspartier, å styrke bevilgningene til både pasientbehandling og investeringer i nytt medisinsk utstyr. Samtlige forslag har blitt nedstemt av regjeringspartiene. Noe av det viktigste vi kan gjøre som politikere, er å gi forutsigbarhet, sikkerhet og betryggelse til pasienter og pårørende som hver dag kjenner på usikkerheten for sine egne eller sine nærmestes fremtidsutsikter. Enda så mange debatter som vi har hatt om kreft i denne salen de siste årene, så kan jeg ikke huske at det er noen forslag – jo, kanskje ett – som regjeringspartiene ikke har stemt ned.

fordi lederen av Høyre sendte samme dag ut en pressemelding der hun snakket om målsettingene til regjeringen. Hun var skuffet over at regjeringen hadde så lave ambisjoner, men hun snakket om målsettingene, så hun hadde i hvert fall forstått det vi gjorde, nemlig å stille krav til sykehusene. Derfor er det feil at vi ikke har gjort noe. Det viktigste vi kan gjøre, er å skape gode behandlingsforløp forutsigbarhet, og så vet vi at det er ikke slik at én modell passer alle når det gjelder kreft. Her må det individuell, medisinskfaglig vurdering til. Andelen som overlever kreft, er trolig det viktigste målet på om vi lykkes med kreftbehandling. For få år siden lå vi middels godt an. Nå ligger vi i toppsjiktet internasjonalt. Det kan vi altså ikke snakke oss vekk fra. fra. Selv om overlevelsen er høy, deler jeg også forslagsstillernes mål om at tiden man bruker fra mistanken om kreft oppstår, til behandling er i gang, bør reduseres. Det er ikke bare fordi raskere behandling gir bedre resultater ved en del kreftformer, men også